For oss som har vært med på dette ganske mange ganger, er det veldig tydelig at det nå argumenteres i sirkel. I dag får vi høre at å diskutere premissene og hovedretningen for landbruksoppgjøret på forhånd svekker avtaleinstituttet og ødelegger det. Sjøl har jeg vært med på ganske mange debatter i ettertid – når forhandlingsresultatet foreligger, og Stortinget har fått seg det forelagt – som går ut på omtrent akkurat samme argumentasjon, at da er forhandlingene gjennomført, og da er det «take it or leave it». Alle som har meninger om innholdet i avtalen man ikke er fornøyd med, får beskjed om at da ødelegger man avtaleinstituttet. Hvis man skal følge statsrådens resonnement i dag, betyr det altså at man verken før eller etterpå kan mene noe om dette fra Stortingets side, og i hvert fall ikke slik at statsråden klart og tydelig kan si at han er forpliktet til det. De rammene som stortingsflertallet har satt, må være et minimum av det statsråden følger, for tallene viser at inntektene i jordbruket går ned. Jeg vil referere til lederen i Hedmark Bondelag, som sier at man konkurrerer og vokser seg blakk. Og det har jo vært regjeringens politikk, at man skal bli stor, under en eller annen slags forestilling om at da trenger man mindre statstilskudd. Men alle tall viser at det er motsatt. Dess større man blir, dess mer avhengig blir man av tilskudd, og det resulterer i en ukontrollert gjeldsvekst og i overproduksjon i enkelte av grenene. Det er ikke holdbart, det er ikke bærekraftig. Jeg lurer på om Stortinget før hvert jordbruksoppgjør må ha en debatt om dette – vi har et skiftende stortingsflertall, vi hadde et annet stortingsflertall i forrige periode, nå har vi et nytt stortingsflertall – slik at man kan få klarlagt dette på forhånd. For det er uhyre viktig de premissene som Stortinget legger, og jeg går ut fra at statsråden mener det er legitimt at Stortinget legger noen hovedprinsipper og retningslinjer til grunn for hvordan målsettingen i landbruket skal være, og retningen på det, slik at vi får det avklart på forhånd. Vi vet jo nå – jeg leser avisa, og jeg følger med på hva statsråden sier – at han tar til orde for både det ene og det andre i utviklingen av landbrukspolitikken, han ønsker å bruke mindre penger f.eks., inn i et landbruk som han sjøl gjennom sin politikk har gjort mer avhengig av tilskudd. Så det er ikke noen tvil om at statsråden ønsker å bruke sitt eget handlingsrom til å drive politikk, men regjeringen har altså ikke flertall i Stortinget av tilskudd. Så det er ikke noen tvil om at statsråden ønsker å bruke sitt eget handlingsrom til å drive politikk, men regjeringen har altså ikke flertall i Stortinget for det. Det er behov for en annen retning enn det vi har sett til nå. Stortinget har vært klare på noen av de målsettingene, og jeg forutsetter at statsråden legger de premissene til grunn. Det er mange elementer inntektsgapet må minskes, ikke økes. Det er mange andre målsettinger også. Så vil jeg utfordre Stortinget til å diskutere hvordan vi skal forholde oss til dette når det er slik at det er et skiftende flertall her, og forutsetningene ikke anses helt avklart – at man da eventuelt får opp en sak og diskuterer det på forhånd. Vi kan ikke ha det sånn at regjeringen sier at Stortinget verken på forhånd eller i ettertid kan diskutere innholdet i det konkrete jordbruksoppgjøret. Vi som er opptatt av avtaleinstituttet, er nettopp opptatt av at regjeringen som skal forhandle på vegne av Stortinget, forhandle ut fra de klare målsettinger og forutsetninger som et stortingsflertall har lagt til grunn. Da vet man hva man har å forholde seg til, og det er slik det bør være. Så jeg oppfordrer til at vi må se på det systemet vi har nå, for at dette skal bli

godt. Det handler ikke om at en har lyst til å sette avtalesystemet til side eller bryte noen prinsipper i forhandlingene, men det en er opptatt av, er at de føringene som er satt i Stortinget, faktisk blir fulgt opp. Det som er den største utfordringen mot avtaleinstituttet, er jo en regjering og en statsråd som ikke følger opp de føringene som er lagt i Stortinget, for da bryter en hele linjene og prøver å overprøve det som er sagt fra Stortinget gjennom ulike behandlinger i ulike saker knyttet til landbruket. Nå sier jeg ikke at statsråden har til hensikt å gjøre det – tvert om. Jeg forventer jo at statsråden følger opp de klare forutsetningene, både når det gjelder inntektsmål og annet, som er satt tidligere. Det er ingen tvil om at det er en krevende situasjon en er i. Gjelden går opp og inntektene ned. Forskjellene mellom folk i næringen øker. er vi svært opptatt av at vi har et landbruk over hele landet, at vi har en differensiert bruksstruktur, og ikke minst at bruk med mer marginale produksjonsmuligheter også har livets rett og har en kvalitet i den norske landbruks- og matproduksjonen. Da er vi opptatt av at vi også sørger for at vi får et og at vi faktisk får svart på noe av det gjennom de jordbruksforhandlingene som nå pågår. At vi gir disse signalene i forkant av et oppgjør, skulle bare mangle. Vi synes det er en god ting å gjøre det, og det har vi sagt veldig tydelig, tidligere, i Stortinget. Jeg forutsetter selvfølgelig at det blir fulgt opp. Jeg skal ikke forvente at statsråden svarer på dette i detalj, men jeg har en forventning om at statsråden og regjeringen faktisk følger opp det men jeg har en forventning om at statsråden og regjeringen faktisk følger opp det som er sagt i Stortinget formelt gjennom vedtak og føringer i flertallsmerknader. Det er det denne interpellasjonen handler om, og jeg synes den rettmessig tar sin plass når den poengterer noe som har vært diskutert i Stortinget gjennom en årrekke: hvordan inntektsutviklingen i landbruket skal være. Når stortingsflertallet veldig tydelig har kommet med en konklusjon, er det gjennom forhandlingene som kommer, selv om det i utgangspunktet er krevende, uten at en bruker argumentasjon om at en tilsidesetter forhandlingssystemet eller parkerer avtalesystemet på noen som helst måte, for det gjør en faktisk ikke. Det er det eventuelt en regjering som ikke lytter til stortingsflertallet, som først og fremst gjør. Eg trur det er en regjering som ikke lytter til stortingsflertallet, som først og fremst gjør. Eg trur det er heilt rett at me tek opp denne debatten i dag, ikkje minst med dei erfaringane ein har med måten staten har forhandla med landbruket på dei siste åra. Der vil eg hevda at dei ikkje har fylgt opp Stortingets vilje, og det viste seg både i 2014 og 2017 at det vart gjort endringar i

dagens regjering. Dei har dobla kyllinggrensene, dei har teke vekk alle strukturverkemiddel, iallfall dei aller fleste, dei har auka mjølkekvotane, og bøndene føler seg pressa til å auka produksjonen meir enn kva som for mange er det mest rasjonelle. Så får me høyra at bøndene må vurdera sjølve, og det er rett. Men det vert feil når ein legg opp til ein landbrukspolitikk som stimulerer til ein landbrukspolitikk som stimulerer til meir satsing enn kva som er fornuftig for fleirtalet. Eg har ikkje noko mot at bøndene skal få lov til å satsa og ta sine eigne val, men når det går ut over det store fleirtalet og målet med landbrukspolitikken, må ein faktisk ha nokre verkemiddel som gjer at ein når det ein vil. Dei seinare åra har ein sett at inntektsutviklinga for dei mindre bruka har dabba mykje av. Men i dei mest attraktive områda er det kamp på grunn av måten ein har styrt landbrukspolitikken på dei siste åra. Då må det vera rett av Stortinget å gje klare signal om at me forventar at ein no tek grep som gjer at bøndene kan lyfta seg, at bøndene som vil satsa på dei lokale ressursane og utnytta dei på sine bruk, skal ha ei moglegheit til å ha ei fornuftig inntekt og kan driva eit gardsbruk slik at dei samtidig kan vera familiefolk. Det er altfor mange av bøndene i dag som faktisk ikkje klarar å ta vare på sin eigen familie. Dei har fått eit arbeidspress og ein akkord som gjer at dei ikkje klarar å ta del i resten av samfunnet. Det er ikkje ein berekraftig og miljøvenleg måte å utvikla norsk matproduksjon på. Interpellanten har tatt opp et viktig spørsmål,

til å angripe Senterpartiet for å stille spørsmålet om regjeringen hadde tenkt å følge stortingsflertallet, eller hvordan man hadde tenkt å nå de målsettingene Stortinget har satt. Det er vanskelig å skjønne annet enn at statsråden her forsøker seg på to budskap. På den ene siden forsøker man å si at man skal følge stortingsflertallet, for så å si at man ikke ønsker å gå inn i en debatt om man faktisk har tenkt å følge stortingsflertallet, med bakgrunn i at man skal inn i en forhandling.

Stortinget og regjeringen når statsråden har så store problemer med å svare på hva man skal legge til grunn i framtidige forhandlinger. Man kan dra sammenligningen med når man skal bygge et bygg og for så vidt – la oss si – lyse ut et anbud. Det er sånn at Stortinget setter noen rammer for hvordan regjeringen skal gjennomføre sånne prosesser, og det er jo nettopp det man her har gjort for landbruket. Man har fastsatt en ramme som sier at man skal redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet, og det klarer altså ikke statsråden å svare tydelig på at man har tenkt å følge opp, når man nå skal i gang med forhandlingene. Statsministeren var i spørretimen i går og kunne da i hvert fall ikke gi et så tydelig signal om at man skulle følge opp det Stortinget har lagt til grunn. Det overrasker meg at ikke en del av de andre partiene har stilt opp her og sagt at regjeringen må forholde seg til til det Stortinget har fastsatt. Deriblant er det forunderlig å se at Kristelig Folkeparti ennå ikke har ønsket å meddele noe om hvordan man ser at regjeringen skal følge opp det som de selv var med og vedtok. Ifølge statsråden skal vi altså aldri kunne mene noe om hvordan regjeringen skal følge opp de vedtakene som Stortinget og da blir det vel vanskelig å trekke en annen konklusjon enn at vi heller ikke skal kunne mene noe om hvordan andre næringers inntektsvekst skal gå. Vi skal heller ikke mene noe om andre lønnsmottakere. Vi har en god del lønnsmottakere i staten, og hvis det blir sånn at Stortinget ikke skal kunne mene noe om hvilken retning man skal legge for lønnsnivået f.eks. i statlige selskaper eller i statlige foretak,

Jeg skal avslutte med å si at jeg hadde håpet statsråden kunne klargjøre – og ikke minst at alle partiene kunne klargjøre – om man faktisk mente det man sto inne for sist gang, nemlig at målet er å redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet. Det må statsråden forholde seg til når man skal inn og forhandle. forhandle. I går var det 18. april. Då var statsministeren i Stortinget, og ho svarte på spørsmål om inntektsmålet. I dag, 19. april, prøver landbruksministeren å gøyma seg bak formalia for ikkje å svara. Men eg høyrde i eit av innlegga til statsråden at han sa han skulle halda seg til inntektsmål. Eg forventar at me ikkje ser spor av inntektsformuleringa i Jeløya-plattforma i staten sitt tilbod til jordbruket, rett og slett fordi det ikkje er eit parlamentarisk fleirtal bak det. Eg skal òg lova statsråden at i tida frå 26. april til 16. mai, når forhandlingane pågår, skal me ikkje ta denne typen diskusjonar i Stortinget. Det har me respekt for. Men som brennande engasjert for norsk landbruk og oppteken av matproduksjon og landbruk i heile landet vil ein sjølvsagt plumpa borti og delta i det offentlege ordskiftet. Det trur eg nok statsråden har rygg til å bera, sjølv om han sit ved forhandlingsbordet. Så er det noko med forhistoria her. I 2014 var det Kristeleg Folkeparti, Venstre, Høgre og som gjorde om på regjeringa sitt forslag til jordbruksoppgjer. I 2017 låg det an til at det skulle verta opposisjonen, men så fekk Venstre undervegs nye bestevenner, så det vart Venstre, Høgre og Framstegspartiet som sikra fleirtal for eit anna oppgjer. Det er eit uttrykk for at det regjeringa gjorde, ikkje var i tråd med dei føresetnadene som Stortinget hadde lagt. Regjeringa bruker altså jordbruksoppgjeret som eit verkemiddel eller ein reiskap for å føra ein politikk som det ikkje er fleirtal for. Det sa Stortinget stopp for i 2014, og det sa Stortinget stopp for i 2017. Me som er engasjerte og opptekne av forhandlingsinstituttet i jordbruket, ber om at Stortinget slepp det dette året. Eg oppfordrar til å lesa innstillinga til jordbruksmeldinga, halde seg til ta forhandlingane innanfor dei rammene som ligg der. Det kjem til å verta ein spennande vår. Eg vil berre takka for ein god, men motvillig debatt om inntektsmålet. Og la det ikkje vera nokon som helst tvil: Senterpartiet meiner at det verste me kan gjera med forhandlingsinstituttet, forhandlingsinstituttet, er å bruka det til å føra ein politikk som det ikkje er fleirtal for i Stortinget. Det er Stortinget som definerer landbrukspolitikken, og eg opplever at etter valet er det eit større engasjement og større politisk vilje til å satsa på norsk matproduksjon enn det var før valet. Dermed vil eg ønskja statsråden lykke til med jordbruksforhandlingane, som startar den 26. april.

for jordbruket. Det gjer vi berre i avtaleforhandlingar. Deretter orienterer vi Stortinget. Eg skulle ønskje at også delar av opposisjonen såg verdien av det, såg verdien av at avtalepartane i fellesskap fekk fremje både sine krav og sitt tilbod utan at enn utkome. For det var eit stort fleirtal på Stortinget i fjor som ville gje norske bønder inntektsutvikling, men vi styrte ikkje det, for vi styrer overføringar baserte på dei kostnadane vi trur kjem, og den marknadssituasjonen vi er Det betyr at verken eg eller Stortinget på noko tidspunkt før neste års budsjettal er klare, kan garantere norske bønder ei inntektsutvikling. Det er det paradokset staten som forhandlingspart må ta inn over seg, som Stortinget på eit tidspunkt må ta inn over seg, og som legg grunnlaget for forhandlingar som i respekt for hovudavtalen faktisk skjer mellom partane. La meg berre leggje til: Denne regjeringa baserer sin politikk på hovudavtalen. Det betyr at det vert gjennomført forhandlingar, og det betyr at mi rolle og regjeringa si rolle mens ein er i innleiande fase, og mens forhandlingane vert gjennomførte, er i tråd med hovudavtalen. Det er ganske viktig for den varige evna for å gjere staten forhandlingsdyktig at Stortinget – så lenge ein meiner at ein skal halde seg til hovudavtalen – også gjer det. Debatten i sak nr. 14 er dermed omme. Ingen har bedt om ordet. Ingen har bedt om ordet. Da er Stortinget klar til å gå til votering. Under debatten er

se

Det foreligger ingen forslag til anmerkning. Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved andre gangs behandling og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven. Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Så synes ikke, og møtet er

det. Jeg